fra representantene Gina Knutson Barstad, Linda C. Hofstad Helleland, Tove Karoline Knutsen, Per Arne Olsen, Jørund Rytman og Trygve Slagsvold Vedum om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 15. oktober, alle for å delta i De forente nasjoners 65. ordinære generalforsamling i New York – fra representantene Gunvor Eldegard, Akhtar Chaudhry, Øyvind Korsberg og Borghild Tenden om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 5. november, alle for å delta i sjefskurs ved Forsvarets fra representanten Karin S. Woldseth om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 8. oktober for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2010-sesjon, 4. del i Strasbourg samt for å delta som observatør under valget i Bosnia – fra representantene Geir Jørgen Bekkevold og Thomas Breen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 4. oktober, begge for å delta som OSSE-observatører under valget i

Line Vennesland, Anita Orlund, Ida Marie Holen, Farahnaz Bahrami, Olov Grøtting, Torkil Åmland, Einar Horvei, Mari Lund Arnem, Tina Bru, Hanne Thürmer, Hanne C.S. Iversen, Martin Henriksen, Lars Bjarne Tvete og Morten Stordalen er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Fungerende president vil i den forbindelse referere forretningsordenens § 4 andre ledd, som lyder: «Ved det første valg i valgperioden av Stortingets president og visepresidenter foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode gjelder reglene i § 44 første ledd bokstav d og annet punktum.» Nevnte bestemmelse i forretningsordenen innebærer altså at valg av Stortingets president og visepresident nå kan foretas på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte. – Det anses vedtatt. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Marit Nybakk. Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Eg tillèt meg å foreslå

Line Henriette Hjemdal. Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær. Jeg foreslår Tor-Arne Strøm. Tor-Arne Strøm er foreslått

Woldseth er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke. Norges 155. storting erklæres herved lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil bli kunngjort Stortinget skal nå velge midlertidig første visepresident under første visepresident Øyvind Korsbergs permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 5. november. Presidenten ber om forslag på midlertidig første visepresident. Jeg tillater meg å foreslå Hans Frode Kielland Asmyhr. Hans Frode Kielland Asmyhr er foreslått som midlertidig første visepresident. – Andre forslag foreligger

midlertidig fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. Denne bemyndigelse anses for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Anders Anundsen, leder, Svein Flåtten, Sonja Mandt, Inga Marte Thorkildsen, Svein Roald Hansen, Ulf Leirstein og Irene Johansen. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo domkirke i dag, fredag den 1. oktober, kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves?